forrige stortings sekretær, Jette F. Christensen, om midlertidig å fungere som sekretær, til Stortinget

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende tre brev til Stortinget: Det første brevet, datert 1. september 2017, lyder: «Midlertidig bestyrelse av Kunnskapsdepartementet Statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil avvikle foreldrepermisjon i perioden fra og med 15. september 2017 november 2017. I den perioden statsråd Torbjørn Røe Isaksen avvikler foreldrepermisjon overtar stortingsrepresentant Henrik Asheim styret av Kunnskapsdepartementet.» Det andre brevet, datert 15. september 2017, lyder: «Endringer blant statssekretærene I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 15. september 2017 kl. 11.00 er bestemt: Elsbeth Sande Tronstad gis avskjed fra sin stilling som statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen. Lisbeth Normann gis avskjed fra sin stilling som statssekretær for statsråd Bent Høie. Tom-Christer Nilsen gis med virkning fra 30. september 2017 avskjed fra sin stilling som statssekretær for statsråd Himanshu Gulati gis med virkning fra 30. september 2017 avskjed fra sin stilling som statssekretær for statsminister Erna Solberg og statsråd Linda Hofstad Helleland.» Det tredje brevet, datert 29. september 2017, lyder: «Endringer blant statssekretærene I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 29. september 2017 kl. 11.00 er bestemt: Stortingsrepresentant Svein Arne med virkning fra 1. oktober 2017 til statssekretær for statsminister Erna Solberg. Statssekretær Torkild Hebbert Haukaas gis med virkning fra 13. oktober 2017 avskjed fra sitt embete som statssekretær. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen gis med virkning fra 9. oktober 2017 permisjon fra sitt embete som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug, og konstitueres fra samme tidspunkt og Toril Charlotte Reynolds er tilbake fra permisjon, som statssekretær for statsråd Per-Willy Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet. Lektor Torkil Åmland konstitueres som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet i den tiden statssekretær Vidar Brein-Karlsen har permisjon.» Fungerende president foreslår at de refererte brevene vedlegges protokollen – og anser det som vedtatt. Første vararepresentant for Akershus fylke, Anne Kristine Linnestad , har tatt sete som representant i den tid representanten Henrik Asheim er medlem av regjeringen. Det vil bli foretatt navneopprop av representantene. Presidenten gjør oppmerksom på at første representant for hvert valgdistrikt, eventuelt andre representant der første representant ikke er til stede, skal levere fullmakten fra riksvalgstyret til presidenten etter hvert som de blir ropt opp.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader: fra representantene Åsmund Aukrust , Sivert Bjørnstad , Anniken Huitfeldt , Nils Aage Jegstad og Mudassar Kapur om permisjon i tiden fra og med 2. oktober til og med 13. oktober, alle for å delta i De forente nasjoners 72. ordinære generalforsamling i New York fra representanten Anette Trettebergstuen om foreldrepermisjon i tiden fra og med 2. oktober oktober fra representantene Sverre Myrli , Liv Signe Navarsete og Rigmor Aasrud om permisjon i tiden fra og med 6. oktober til og med 9. oktober, alle for å delta i NATOs parlamentariske forsamlings sesjon i Bucuresti fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Lise C hristoffersen i tiden fra og med 9. oktober til og med 13. oktober og for representanten Tore Hagebakken i tiden i møte i Europarådets parlamentariske forsamling i Strasbourg. Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Hedmark fylke, Tone Merete Sønsterud , foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget i tiden fra og med 2. oktober til og med 6. oktober, under representanten Anette Trettebergstuens permisjon, søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden slik: For Akershus fylke: Mani Hussaini 2.–12. oktober, Kjartan Berland 2.–12. oktober, Elisabeth Fanghol 2.–12. oktober og Halvard Ingebrigtsen 6.–9. oktober. For Buskerud fylke: Anne Helene Sandum For Hedmark fylke: Tone Merete Sønsterud 7.–26. oktober og Per-Gunnar Sveen 2. og 6. oktober. For Oppland fylke: Stine Renate Håheim 6.–11. oktober og Hilde Kristin Holtesmo 9. oktober. For Oslo: Astrid Nøklebye Heiberg 2.–12. oktober. For Sogn og Fjordane fylke: Steinar Ness For Sør-Trøndelag fylke: Lill Harriet Sandaune 2.–12. oktober. – Det anses vedtatt. Mani Hussaini, Kjartan Berland, Elisabeth Fanghol, Per-Gunnar Sveen, Astrid Nøklebye Heiberg og Lill Harriet Sandaune er til stede og vil ta sete. Det skal så velges De foreslåtte medlemmer av fullmaktskomiteen er utpekt av gruppene, og forslaget er omdelt på representantenes plasser i salen. Dersom ingen har noe å innvende, voteres det på vanlig måte. I tilfelle avvikende forslag fremsettes, benyttes skriftlig votering. Det utlagte forslaget vil da bli benyttet som stemmeseddel.

medlemmer av fullmaktskomiteen om å tre sammen umiddelbart etter at dette møtet er hevet. Komiteens møte vil bli holdt på utenriks- og forsvarskomiteens møterom, rom S-407. Ønsker noen ordet i henhold til forretningsordenens § 54 før møtet heves? – Møtet er Ønsker noen ordet i henhold til forretningsordenens § 54 før møtet heves?